er ikke spørsmål om begge deler, det er spørsmål om å gi plassen til folk og kollektivtrafikk, og det er spørsmål om å ta den fra biler. I innstillingen later det til at Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet – jeg er ikke helt klar over hvor Venstre står – opptrer som om om E18-utbyggingen ikke har betydning for framdriften av andre kollektivtransportprosjekter i Oslo-området, altså at ingen av de milliardene som E18 skal koste staten og trafikantene, i stedet kan brukes til å bygge T-banetunnel, Fornebubanen, Ahusbanen, jernbanetunnel under sentrum osv. Det er viktig nå å innse at ikke er noen god ledestjerne for samferdselspolitikken. Vi blir nødt til å velge, og vi blir nødt til å velge det som klimaforliket for lengst har vedtatt: kollektivtransport, gange og sykkel på bekostning av bil. Derfor fremmer De Grønne i dag forslag om å stanse den videre planleggingen av en kapasitetsøkende E18 i Vestkorridoren. Hvis målet er et godt bomiljø i Oslo og Akershus og en bedre innsats for jordas klima, er det ikke noen god idé å pumpe titusener av ekstra biler inn i hovedstadstrafikken hver dag. Selv om flere av dem vil være lavutslippsbiler, vil de fortsette å ta like mye plass fra andre trafikanter. De Grønne støtter forslagene fra SV og Venstre som er fremmet i innstillingen. innstillingen. Det burde være en selvfølge at store samferdselsprosjekter i Oslo-området, hvor staten skal finansiere store deler av kostnadene, er i tråd med klimaforliket. Representanten Rasmus Hansson har tatt opp det forslaget han refererte til. Jeg vil innledningsvis vise til representantforslaget som prisverdig er fremmet av representantene Eidsvoll Holmås

Vi er i gang med det grønne skiftet, og Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene. Vi må derfor ta dette inn over oss i alle prosjekter som planlegges og bygges framover, og spesielt hva gjelder samferdselsprosjekter. Dette er en sektor som bidrar med en vesentlig del Nye samferdselsprosjekter må derfor tilrettelegges slik at de blir gode, alternative og attraktive måter å forflytte seg på, som er mer klimavennlig enn bruk av fossile energikilder. Kostnadene for utbygging av E18 Vestkorridoren er svært høye. Vi ønsker at det i det videre arbeidet med prosjektet gjøres justeringer som sikrer at kostnadene reduseres betydelig. Vestkorridoren bygges slik at det sikrer en bedre kollektivframføring for buss enn det det er i dag, og det må være gjennomgående høy standard av sykkelvei langs hele ruten. Da vil det være gode alternativer til bruk av bil på strekningen. På store veier mener Venstre at det er en fordel med et miljøfelt som kan være forbeholdt elbiler, samkjøring o.l., og det bør etableres også på Jeg noterte meg at representanten Rasmus Hansson fra MDG var inne på om hvorvidt arbeidet med E18 osv. kan fortrenge andre prosjekter og viste til merknaden som et flertall har sluttet seg til, deriblant Venstre, men her er også Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet med. I forbindelse med dette vil dette flertallet understreke at «finansieringen av E18 Vestkorridoren ikke må gå på bekostning av statlige bidrag til kollektivtiltak i regionen, som ny T-banetunnel, Fornebubanen og Ahusbanen». Det er veldig positivt at Stortinget slår dette fast i en slik flertallsmerknad. Jeg viser også til de tre forslagene som Venstre fremmer i dag. Forslag nr. 1 lyder: «Stortinget ber regjeringen sikre at ny E18 Vestkorridoren er i tråd med klimaforliket.» Forslag nr. 2 lyder: «Stortinget ber regjeringen følge anbefalingen fra byrådet i Oslo og utrede å ta ett av dagens felter på E18 vestover og omgjøre til miljøfelt for elbiler, kameratkjøring og eventuelt andre grupper.»

Den reglementsmessige tiden for kveldsmøtet er nå omme, og presidenten vil foreslå at møtet fortsetter til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. Som representanten Jegstad var inne på, er dette en sak som helt sikkert vil komme til Stortinget mange ganger. Det er fordi det er et kjempesvært veiprosjekt som har enorm betydning for innbyggerne i Oslo, som per dags dato lever med helseskadelig luft, og som vil få leve med mer helseskadelig luft dersom dette veiprosjektet blir gjennomført, slik det foreligger i dag. Det er i tillegg et dyrt prosjekt som innebærer at vi alle sammen er forpliktet til å ta diskusjonen om hvordan vi bruker samfunnets ressurser best. Og det er et prosjekt som jeg helhjertet mener planlegges i strid med flere av Stortingets føringer. Det er derfor vi har tatt opp denne saken, fordi vi mener det er viktig å få slått fast overfor statsråden at han som eier av Statens vegvesen, har et selvstendig ansvar for å sørge for at de store prosjektene som nå er under utredning rundt mange av våre byer, er i tråd med de vedtak som Stortinget har fattet. Ett av dem ble lest opp av representanten Rasmus Hansson her i sted, nemlig målet om at all vekst i persontrafikk inn til de store byene våre skal tas med kollektiv transport, gange og sykkel. sykkel. Da setter jeg et stort spørsmålstegn ved om dagens E18-prosjekt som planlegges av Statens vegvesen, er i tråd med den målsettingen. Jeg tror ikke det. Samtlige fagetater i Oslo som leverte uttalelse til reguleringsplanen som var innsendt fra nabokommunen i vest – altså Bærum om hvordan dette prosjektet forholdt seg til alle de planene som Oslo selv har vedtatt, var tydelige på at med dette prosjektet slik det foreligger nå, når vi ikke de målene vi har for luftkvalitet, vi når ikke de målene om fortetting som vi har, vi når ikke målene om å kutte klimautslippene med 50 pst. og bli en klimaby, slik vi har lagt opp til. Vi som storting skal ikke blande oss inn i hva Oslo og Akershus mener på dette stadiet. Men det vi skal blande oss inn i, er at planleggingskapasiteten til staten brukes i tråd med det som er statens vedtatte politikk. Statens vedtatte politikk er at det ikke skal bygges ut veier. Det skal ikke bli en trafikkvekst med biler inn til Oslo. Den trafikkveksten skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.

På Ring 3, som for tiden er stengt, er det slik at man anslår at veksten i personbiltrafikken vil være på 50 pst., nettopp av den grunn som Jegstad selv trakk fram. Det er mye større kapasitet inn til Oslo enn det er fram til denne flaskehalsen på Lysaker. Men Stortinget har vedtatt at vi ikke vil utnytte denne ekstra kapasiteten inn til Oslo. Vi vil ikke utnytte den til flere personbiler. Vi vil utelukkende utnytte den til økning gjennom kollektivtransport, sykkel og gange. Det har Stortinget stemt over. Det har vi slått fast. Alle her er enige om det. Men da må vi følge det opp i praksis, og det er derfor vi har fremmet dette forslaget, som i dag er tatt opp igjen av Venstre. Jeg må innrømme at jeg er overrasket over at det ikke får større oppslutning, at det viser seg at Stortinget kanskje ikke har til hensikt å følge opp sine egne vedtatte planer, at regjeringspartiene kanskje ikke har til hensikt å følge opp det Stortinget har vedtatt om det som handler om klimaforliket – der altså miljøministeren, statsministeren og andre til stadighet uttrykker at de vil forsterke klimaforliket. Her er det ikke sikkert at vi engang vil følge opp det som allerede er vedtatt. Jeg er også overrasket over at Arbeiderpartiet ikke vil følge det opp etter de tydelige signalene som er kommet fra Raymond Johansen i denne saken. Én sak til: Høyrebyrådet har gått inn for å utrede miljøfelt inn for å utrede miljøfelt inn til Oslo. Det er slik som flere av oss har sagt: Når det er kø, sliter bussene i køen. Uansett hvordan vi ser på det, er vi nødt til å restokke E18 på en måte som sikrer kollektivtrafikken bedre framkomst. Vi foreslår at det gjøres ved at vi allerede i dag sikrer et eget miljøfelt med mer kameratkjøring. Da får vi kapasitet til mange flere personer i færre privatbiler. Jeg støtter helhjertet opp om de forslagene som er fremmet av Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Det er ikke første gangen dette temaet blir diskutert i denne stortingsperioden. Det har blitt nedstemt en gang tidligere, dette er rett og slett et forsøk på omkamp om ting som Stortinget tidligere har vedtatt. Så kan en godt mislike eller like det som er vedtatt, men det er nå utgangspunktet. Det er en helhet i måten en tenker politikk på når en tenker samferdsel. Det er en helhet i måten å tenke klimapolitikk på. Her gjøres dessverre en og en veistrekning om til en klimasak i seg selv. Utbyggingen i henhold til kommunedelplanen for denne strekningen oppfyller målene om bedre tilgjengelighet, redusert reisetid og reduksjon i lokale miljøutfordringer. Det inngår en egen bussvei på hele strekningen, og videreutviklingen av Lysaker gjør det til et mer kompakt kollektivknutepunkt hvor bussene i begge retninger kan stoppe rett ved dagens jernbanestasjon for enkel omstigning. Det legges også opp til god samordning med Fornebubanen det lages egen bussvei og egen sykkelvei her. Mye av den transportkapasiteten som kommer som følge av dette prosjektet, handler altså ikke om privatbiler – det handler om alle de andre virkemidlene som skal gjøre det mulig for folk å reise bedre kollektivt, som skal gjøre det mulig for folk å gå og sykle mer, rett og slett ved å legge til rette for det. Jeg har merket meg at miljøbevegelsen i en del debatter hevder at dette blir en fjortenfelts motorvei.

I det prosjektet som det legges opp til, skal altså et tungt belastet sekundærveinett bli avlastet. Det blir bedre koblinger, bl.a. mot E16 Fornebu–Bekkestua samt for buss mellom Lysaker og Fornebu. Mange av de virkemidlene vi snakker om når det gjelder å nå klimamål, handler om å få flere folk over på buss. Buss er det kollektive reisemiddelet som de aller fleste bruker, som har størst fleksibilitet, som kommer nærmest der folk bor, på gjeldende infrastruktur i dag. Og vi vet at det finnes eksisterende køer på disse veistrekningene som er veldig lange, som er veldig kostbare for samfunnet, og det går an å avlaste dem og samtidig sørge for at en får enda bedre kollektivtilbud, som gjør at flere folk – når de kan sitte på buss, tog, T-bane og trikk i framtiden – er påkoblet nettet. En kan jobbe og bruke tiden fornuftig, slik at det å sette seg i en bil framstår som ganske Det må gå an å ha de visjonene og se at folk faktisk vil verdsette tiden sin mer når de får stadig mer tidsknapphet. Utbyggingen av E18 Vestkorridoren gir gevinster for næringstrafikk, kollektivtrafikk, sykkeltrafikk, nærmiljø og byutvikling. Nå arbeides det med en KVU for Oslo-området, som skal vise hvordan trafikksystemet i Oslo-regionen må utvikles for at vekst i persontransport skal skje gjennom kollektivtrafikk, Denne KVU-en blir et viktig grunnlag for det arbeidet vi skal gjøre. Vi samarbeider med lokale myndigheter. Jeg konstaterer at lokalpolitikere i denne regionen, som er pålagt klimamål gjennom belønningsavtalen, likevel mener at dette er en del av den gode samferdselsløsningen i regionen. Så registrerer jeg at noen ønsker gjentatte omkamper på det, men Nasjonal transportplan er tydelig på det, lokale vedtak er tydelig på det,

persontrafikk inn til de største byene – altså inn til Oslo – skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange? Jeg forutsetter at de føringene som er lagt fra Stortinget, også følges opp når en gjør dette planleggingsarbeidet. Så langt jeg har merket meg i min dialog med Vegvesenet, Jernbaneverket, lokalpolitikere og andre som jobber med dette, er de fullstendig klar over hvilke målsettinger de ønsker å oppnå. Derfor tror jeg ikke dette blir et problem.

Han er utgått fra Stortinget for å følge opp Stortingets jobb. Når Stortinget har satt et mål om at all vekst i persontrafikk skal komme gjennom kollektivtrafikk, sykkel og gange, vil statsråden da klart og tydelig si nei til E18 dersom det prosjektet ikke er i tråd med disse føringene fra Stortinget?

En er bekymret for CO2-utslipp. Ja, da handler det om å utvikle teknologier. Vi vet at lokalpolitikerne er opptatt av å innfri sine avtaler. Det er en belønningsordning med måltall som de må innfri for å få utløst midler. Alle aktørene rundt bordet er interessert i å oppnå det samme. Det å ta alle sorger på forskudd gang på gang synes jeg er ganske unødvendig. Jeg tar for gitt at i det planleggingsarbeidet og de tilpasningene som skjer,

som ikke handler om CO2-utslipp av gasser, men et konkret mål om at all persontrafikkvekst inn til de store byene, i denne sammenhengen Oslo, skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange – vil bli gjenstand for vurdering fra statsrådens side, og at statsråden klart gir beskjed om at han sier nei til dette dersom det ikke er i tråd med disse føringene fra Stortinget? Dette jobber vi med ut fra de føringene.

og kollektivaksene, som gjør at en ikke får utnyttet digitaliseringen av samfunnet mens man sitter ombord på disse kollektive reisemidlene. Vi skal legge til rette for at vi får det. Det kommer til å være en del av den jobben vi gjør. Det kan man stole på. Jeg er enig i representanten

Men til syvende og sist må Stortinget vedta prosjektet. Så spørsmålet er: Er det nå mer avklart om hva tidshorisonten for E18-utbyggingen er? Når kan vi se for oss en sak til Stortinget? Det skjer mye forskjellig utredningsarbeid innenfor dette området. Blant annet er det en styringsgruppe som har bestilt utredning om bruk av samkjøringsfelt o.l., som vil være en del av beslutningsgrunnlaget. Jeg tror vi kan si det sånn at dette blir en viktig sak i arbeidet med ny eller fornyet Oslopakke, og det jobbes med den uten at jeg kan si mer om nøyaktige datoer og måneder for når ulike beslutninger vil bli tatt. Når en ser på den debatten som er i Oslo der representanten Myrlis partifeller nå gjør sitt beste for å unngå at denne veien bygges, ser en hvor komplisert dette er. Arbeiderpartiet i Stortinget kjemper for den, mens Arbeiderpartiet lokalt nå kjemper imot den. Her er det ganske mange som skal stokke beina skikkelig for at vi får tatt en god beslutning. Jeg deler vel ikke helt virkelighetsoppfatningen, men jeg skal skrive det på samferdselsministerens konto etter en slitsom og lang dag som snart går mot natt. Slik jeg oppfatter Oslo, og for så vidt mange partier i Oslo, er at en er bekymret for trafikkveksten i Oslo sentrum. Det er en bekymring vi alle deler. Det er klart at det er ingen som ønsker å pumpe masse biltrafikk inn i Oslo sentrum. Men det er ikke det som er situasjonen her. Vi må finne løsninger både på trafikkproblemene i Oslo og på trafikkproblemene i Vestkorridoren. Det er jeg helt sikker på at de skal klare, staten, Oslo og Akershus sammen. Spørsmålet mitt er en videreføring fra i stad. Vegvesenet jobber med E18-utbyggingen og har lansert forskjellige kalkyler for bompenger. Bidraget fra Oslopakke 3 er fastsatt, så resten skal finansieres med bompenger og statlige bidrag. Vegvesenet har presentert litt forskjellige kalkyler, og spørsmålet mitt er: Er det gitt noen signaler fra departementet og staten om hvilken prosentandel som vil være statens bidrag? Vi har ennå ikke fått saken til behandling, så vi har heller ikke gitt noen konkrete vurderinger av den. Det ligger noen føringer i Nasjonal transportplan, og det er ofte det en legger til grunn også lokalt. Så har denne regjeringen som mål at vi skal redusere bompengebelastningen. Det har vi gjennomført i en rekke Gjennom rentekompensasjonsordningen i veireformen vil en også ytterligere redusere bomtakstene der. Det ser jeg Arbeiderpartiet dessverre er negative til. Det synes jeg er trist. Jeg kan betrygge representanten med at hodet mitt er godt på plass. Jeg har fulgt med både i det som har skjedd i debatten i dag, og ikke minst også det som har stått i diverse medier i månedene fram mot i dag. Det er ingen tvil om at lokal kandidat Raymond Johansen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

Kapasiteten er sprengt – noe må gjøres. Befolkningsveksten i dette området er anslått til å bli 350 000 mennesker i løpet av 25 år. 55 pst. av trafikkveksten som befolkningsøkningen genererer, må tas ved kollektiv transport, og kollektivtransport i dette Forsinkelseskostnadene er formidable på E18. 2 mrd. kr årlig er de beregnet til. Kø, kork og kaos er hverdagen på E18. Den siste rapporten fra Statens vegvesen viser at mertrafikken inn til Oslo, som ny E18 vil genere, vil være 3 pst. Det vil jo være fullstendig fravær av rettferdighet hvis

Til slutt: Jeg falt for så vidt til en viss ro etter representanten Myrlis innlegg. Men representanten Myrli og Arbeiderpartiet har en løs kanon på dekk, og han heter Raymond Johansen. Hans hensyntagen til Oslopakke 3 er fraværende. Oslopakke 3 er et skjørt politisk forlik, som fort kan gå opp i limingen, hvis det største partiet i Oslo begynner å tulle med Oslopakke 3 er selve nøkkelen til å få bygget E18 og få løst trafikkutfordringene i Oslo-området. Uten Oslopakke 3 – ingen ny E18. Uten ny E18 – ingen Oslopakke 3. Da går samferdselsutbyggingen i hovedstadsområdet i stå. To ting: Det ene er

eller 151 000 innbyggere på sju år. I den perioden har trafikken gjennom bomringen gått ned 7 pst. Da kaller jeg det overoppfylling av målet om at all trafikkvekst skal tas gjennom kollektivtransport, sykkel og gange. Veksten i kollektivtransporten har i den samme perioden vært 47 pst. i Akershus og 35 pst i Oslo. Det kaller jeg faktisk at Oslopakke 3 innfrir hovedmålet i hovedmålet i klimaforliket, sånn som det er organisert, og sånn som Oslo og Akershus har tatt hånd om det. Noe annet er feil å si. Det andre jeg har lyst å si, er: Det er ikke sånn at hvis man ikke bygger E18, så får man de andre elementene i prosjektet. Veiprosjektet skal være med på å finansiere sykkelveien, bussveien, tverrveiene og bussveien, tverrveiene og kollektivfeltene i Bærum og Asker. Det kan man ikke pålegge bilistene hvis det ikke er et fnugg av ny vei, og man kan ikke påføre innbyggerne i Asker og Bærum den forurensingen som er på veien i dag. De har faktisk rett på å få en vei i tunnel. Det kan ikke være sånn at det bare er Oslo som skal drive byfornyelse. Det er faktisk arealer også i Bærum og Asker som kan egne seg til byfornyelse, og som kan sørge for at en får en konsentrert befolkning rundt knutepunktene som er der. Det er en misforståelse, har jeg følelsen av. Det er noen i Oslo kommune som tror at hvis vi ikke bygger veien, så kan de 40 mrd. kr brukes til T-bane og trikk i Oslo. Sånn er det ikke. Hvis de 40 mrd. kr ikke brukes, kommer det heller ikke noen penger til kollektivtransporten. Det er ikke en trussel. Det er bare konsekvensen av at hvis pengene skal trekkes inn fra bilistene, må det nødvendigvis bygges ny vei. Dette er til syvende og sist et veiprosjekt i Akershus, en statlig vei i Akershus. Oslo er en høringsinstans. Vi har finansiert alle veiene som Oslo trenger, gjennom å være en lojal partner. Nå forlanger vi at også våre prosjekter skal realiseres, og de vil være klimavennlige. På akkurat samme måte som vi har oppnådd det før, vil vi oppnå det igjen.

Man får bygget opp en satsing på kollektivtrafikk som ikke hadde vært mulig uten Oslopakke 3. I Oslo er man snart oppe i 80 pst. andel av bompengeinntekter som går til kollektivtrafikk. Vi kjenner også den politiske balansen som Oslopakke 3 har vært i, gjennom hele denne perioden som vi har diskutert den. Når det gjelder vestover, tror jeg det er på tide at man nå trer ut av den overordnede retorikken og går inn i detaljene, for vi skal ta på alvor uttalelsene fra Oslo kommune, og for så vidt også fra Akershus, om at man er bekymret for kostnadene. Men da er det kostnadene på hele strekket det er snakk om. Det som er det første prosjektet, som vi skal ta stilling til, og som nå skal gjøres, er Og når man skal gå inn og se på om det her er mulig med kostnadsreduksjoner, er det avgjørende at den slankingen som eventuelt skjer, ikke går på bekostning av de kollektivtiltakene som ligger i prosjektet. Det gjelder kollektivfeltet og tverrforbindelsene, det gjelder bussveien, og det gjelder ikke minst sykkelveien som ligger der. Men jeg tror det er helt avgjørende at man nå – sammen med Oslo og Akershus – går inn i realitetene i prosjektet og ser på hvilke muligheter som er der, i stedet for denne overordnede retorikken. Så er det helt klart at denne utbyggingen, som andre utbygginger, har klart – som det er sagt i Oslo med kollektivtrafikk, sykkel og gange gjennom mange år, til tross for at byen har hatt en stor vekst. Dette må fortsette også når en har utbygginger i framtiden. Så at E18 også må ses i sammenheng med de klimamålsettingene vi har, er selvsagt for Venstre. Når prioritetene skal inn – det ligger avsatte midler

det å fortelle og å snakke om et dårlig prosjekt mange ganger gjør ikke prosjektet til et bedre prosjekt. Per dags dato kan jeg ikke se at det som planlegges i Vestkorridoren, er et godt prosjekt, hvis vi måler det etter nåtidens standarder for hva vi ønsker å oppnå når det gjelder både svevestøv og klimagassutslipp – i det hele tatt hvordan vi ønsker å bruke bruke samfunnets penger på en skikkelig måte. Om att og om att – vi føler at en kunne likså godt ha sagt det samme om Høyre-folkene, som ropte: Vi trenger flere fregatter. De sa: Vi må ha flere fregatter, vi trenger flere fregatter. Nå ligger to av fregattene som delebåter – verdens dyreste delebåter – til kai og er ikke i bruk, selv om det var politikere som syntes at dette var et kjempegodt prosjekt. Men det var ikke et godt prosjekt, det ble ikke et godt prosjekt. prosjekt. Det ser vi konsekvensene av i dag, og vi har kastet vekk 12 mrd. kr. På samme måte er det grunn til å stille spørsmålet: Er det ingen som ser hva som skjer vest for byen? Følger en ikke med på nyhetene i fjernsynet og i Aftenposten, som skriver om hvordan folk tilpasser seg? Når en får en innsnevring i mengden, tilpasser folk seg. Når en får en innsnevring i mengden, tilpasser folk seg. Da vi sperret det ene feltet i Festningstunnelen for å koble på i Operatunnelen, tilpasset folk seg. Det var mindre kø der dagen etter. Et av tre felt ble fjernet. Det ble mindre kø. Akkurat det samme vil skje nå – på grunn av Henry Fords grunnleggende statement, som foreligger, og som gjelder fremdeles: Bygger en veier, blir det flere biler. Bygger en flere biler, blir det flere veier. Det er der vi er nødt til å stoppe. der vi er nødt til å stoppe. Vi er nødt til å si: Nei, det kan ikke være sånn at bare fordi mange folk har mange biler, skal vi bygge flere veier. Vi må isteden gjøre det som er nødvendig. Det jeg mener er nødvendig med E18-prosjektet, er at vi gjør akkurat det som Ola Elvestuen sier: Vi går inn og ser på prosjektet. Så må vi ivareta det som er viktige kvaliteter for nærmiljøforbedring – det som handler om å sørge for at vi legger til rette for mer for mer kollektivtransport, mer sykling. Men vi kan ikke si ja til en kapasitetsøkning, for det har vi ikke plass til i denne byen. Det er av hensyn til barn og av hensyn til framtiden. Til slutt må jeg bare si at i juni kommer utredningen som peker på hva Akershus-beboerne skal få. Der ligger det forslag om ny jernbanetunnel, ny T-banetunnel under Oslo og muligens et forslag om ny S-bane. Det er gull

bidrag. Når jeg hører enkelte prate om at en liksom bare kan ta 40 mrd. kr og flytte dem til et eller annet annet samferdselsprosjekt, er det rett og slett ikke mulig og vitner om liten forståelse for hvordan samferdselsprosjektene i hovedstadsregionen planlegges, finansieres og organiseres. Det er ikke mulig å bruke de 5–6 mrd. kr som Oslo og Akershus i Oslopakke 3 har blitt enige om skal gå til E18, til noe annet. De er satt av til E18. Det er selvsagt ikke mulig å bruke de pengene som tas inn på E18 – som skal gå til E18 – til andre prosjekter. Det ville antakeligvis være i strid med lovverket å ta inn penger på E18 og bruke dem til noe annet. Det er selvsagt teoretisk mulig å bruke statens andel, som skal være rent statlige kroner i E18-utbyggingen, til noe annet. Men det er en liten del av det totale kostnadsbildet og langt mindre enn de pengene som jeg har sett enkelte foreslår skal brukes til andre samferdselsinvesteringer – helt nødvendige og påkrevede de også. Så jobbes det Så jobbes det med å få til et såkalt sambruksfelt på E18. Styringsgruppa for Oslopakke 3 har tatt initiativ til en utredning om dette, som skal være ferdig i løpet av året. Hvis det viser seg å være fornuftig, vil jeg ikke tro at et menneske er motstander av at en kan opprette

Det er blitt sagt at vi skal ta Oslo på alvor. Det skal vi, og vi skal ta Akershus på alvor. Jeg gjentar: Vi er nødt til å finne løsninger på trafikkproblemene både i Oslo og i Akershus. Så vil jeg kort til slutt si at forslagene fra Venstre er av en slik karakter at det er vanskelig for oss å støtte dem. For eksempel står det i forslag nr. 2 at en skal omgjøre et av dagens felter til «miljøfelt for elbiler, kameratkjøring og eventuelt andre grupper». Jeg må jo si det er veldig merkelig hvis Stortinget skal vedta at «andre grupper» skal bruke en veg. Hva i all verden er nå det? Det er rett og slett måten forslagene til Venstre er formulert på, som gjør at det er vanskelig for oss å støtte dem. Dette er

Den regnemodellen som SV opererer med, er ukjent for alle andre enn SV. Så sier SV retorisk i debatten – om ikke her, så i hvert fall i offentligheten – at dette kommer til å koste 40 mrd. kr. Statens utgifter til dette er estimert til 11–12 mrd. kr. Så kan man se dette over 30 år, og da har man en investeringskostnad på ca. 500 mill. kr per år. Vi vet at forsinkelseskostnadene per år

for å sikre luftkvaliteten til innbyggerne. Til slutt: Dette beviser det poenget jeg hadde mot samferdselsministeren tidligere. Hvis man skal prioritere de samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene, ryker man fort uklar med klima og alt mulig annet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10. Vi behandler nå sakene nr. 11–39 samlet. Alle sakene gjelder andre gangs behandling av lovsaker. Ingen har bedt om ordet til noen av disse sakene. Da er Stortinget klar til

at det er feil.

er SV

Stortinget klar til å gå til votering

og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.